helsefagarbeider har vært en suksess. Aksjonen har ført til økt oppmerksomhet på mulighetene som ligger i yrket, og bidratt til å øke søkertallene til utdanningen noe. Prosjektet ble i 2010 videreført i satsingen Bli helsefagarbeider. I 2009 lanserte vi også en landsdekkende rekrutteringskampanje. Kampanjen ser ut til å ha bidratt til en oppgang i søkningen til helse- og sosialfagene i 2009 sammenlignet med foregående år. Vi må likevel erkjenne at søkningen til helsefagarbeiderutdanningen og frafall under utdanningsløpet er en betydelig utfordring. På mange måter kan vi si at omsorgstjenestene har et omdømmeproblem overfor de unge. Helsedirektoratet arbeider derfor aktivt med informasjons- og holdningsskapende tiltak gjennom bl.a. sosiale medier som Facebook for å øke kunnskapen om og statusen til disse utdanningene blant ungdom. Den sterke økningen i brukere under 67 år krever en tverrfaglig tilnærming. En rekke undersøkelser viser at det er på det sosiale og kulturelle området dagens omsorgstjeneste først og fremst kommer til kort. Regjeringen mener kultur, aktivitet og trivsel er sentrale og grunnleggende deler i et helhetlig omsorgstilbud. Det krever større faglig bredde i omsorgssektoren med vekt på bl.a. sosialpedagogikk, ergoterapi, vernepleie og sosialt arbeid. Sterke fag- og kompetansemiljø gir bedre tjenester og har også ringvirkninger for rekruttering. Det hever statusen til omsorgsyrkene og gjør det mer attraktivt for mennesker med faglig og personlig kompetanse og interesse for omsorgsarbeid å søke seg til tjenestene. Derfor har vi etablert ett utviklingssenter for sykehjem og ett utviklingssenter for hjemmetjenester i hvert fylke. Sentrene skal stimulere til fagutvikling og gode læringsmiljøer. Sentrene har et særlig ansvar for å sikre spredning av kompetanse og kunnskap til andre sykehjem og hjemmetjenester i sitt fylke. Vi har også opprettet fem regionale sentre for omsorgsforskning. Hvert av disse sentrene er tilknyttet en høyskole som utdanner helse- og sosialpersonell. Sentrene skal bidra til å styrke praksisnær forskning og utvikling, drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren og bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren. Forskningsaktiviteten styrker fag- og metodeutvikling i helse- og sosialutdanningene og og er et supplement til de etablerte forskningsinstitusjonene på området. Med utgangspunkt i dagens og fremtidens utfordringer er et av hovedgrepene i Samhandlingsreformen å utvikle en ny fremtidig kommunerolle, slik at kommunene i større grad kan oppfylle ambisjonene om forebygging og tidlig innsats i sykdomsforløpet. En sterkere kommunerolle vil kreve robuste arenaer for kompetanseutvikling og gode fagmiljøer som sikrer utvikling og spredning av relevant kunnskap og kompetanse. Gjennom aktiviteten i Kompetanseløftet 2015 har vi gjort mye. Dette er imidlertid ikke et område hvor vi kan hvile på våre laurbær. Derfor har vi etter at Kompetanseløftet ble etablert, videreutviklet planen, etablert et eget tilskudd til fagskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag og føyd til ytterligere kompetansetiltak innenfor bl.a. ledelse, aktiv omsorg og ernæring. Mer kompetanse gir bedre kvalitet i tjenestene,

være enige om det. Utfordringer har vi når det gjelder å få flere til å søke seg til yrket, flere til å ønske utdanningen, flere studieplasser og ikke minst når det gjelder å sørge for at færre faller fra, og at flere følger et normert løp. Jeg tror også at vi i fellesskap skal forsøke å bidra til at det blir enda mer attraktivt å søke arbeid i sektoren. Da kommer jeg nok en gang tilbake til det jeg brukte en del tid på i innlegget mitt, og som statsråden ikke berørte, nemlig fleksibiliteten i arbeidsmarkedet. Andre bransjer kjennetegnes ved at man ofte har større fleksibilitet, litt avhengig av hvor man er i landet, og hva som er utfordringen til enhver tid Jeg skal ikke bruke veldig mye tid på nordsjøturnus og andre typer turnuser som preger andre bransjer. Men en form for større fleksibilitet og mindre ensretting innen en bransje bidrar ofte til at man har mer konkurranse, og at man over tid får bedre betingelser, og slik sett til at flere søker om og ønsker å jobbe i en sektor. Og som statsråden selv sier: Samhandlingsreformen, som vi alle sammen står sammen om – iallfall når det gjelder problemstillingene – kommer til å gi oss enda større utfordringer, ikke minst når det gjelder å få flere til å søke spesielt sykepleierfaget og å ønske å jobbe på kommunesiden. Vi må alle bidra til at man får opp kompetansen og ikke minst vanskelige problemstillinger i kommunesektoren, ikke bare i sykehusene. Nettopp derfor tror jeg vi må gjøre noe med fleksibiliteten i dette arbeidsmarkedet. Jeg tror ærlig og oppriktig at også konkurranse kan bidra til at man får flere arbeidsgivere, og at flere på sikt ønsker å jobbe i sektoren. Når statsråden nok en gang nevner de 47 milliardene, er det sikkert et riktig tall, men jeg synes at man for etterrettelighetens del ikke skal gi inntrykk av at det er en netto tilvekst til kommunesektoren. Her går det mye bort i både lønnsøkning, prisvekst og andre ting. Det har vært bevilget mye penger til kommunesektoren, men den trenger betraktelig mer.

en eller annen gang i livet er i kontakt med og er fullstendig avhengig av. Derfor er jeg jo helt enig med interpellanten i at vi må gjøre det vi kan for å legge til rette for gode arbeidsvilkår for nettopp denne gruppen. for gode arbeidsvilkår for nettopp denne gruppen. For meg har det vært viktig at vi ser på at mange jobber deltid. Det at man skal kunne jobbe heltid og ha en lønn å leve av, er særdeles viktig. Det jeg styrer direkte, helseforetakene, har

understreke det interpellanten var inne på: Ingen av oss forsvarer lovbrudd. Det gjør vi ikke. Selv om det er en aldri så liten prosentandel av den totale virksomheten, forsvarer vi ikke lovbrudd – heller ikke når bruddene på en måte er satt i system, som vi har sett av eksempler som har kommet opp i debatten – Adecco er ett eksempel. Samtidig må vi heller ikke legge opp til turnuser som ikke er til å leve med for dem som skal jobbe i dem. Men det er viktig å ta med seg de erfaringene som kommer fra det prosjektet som har vært i Bergen. for noen grupper av dem som mottar hjelpen, betyr den slags turnus en god opplevelse. Samtidig er det aller viktigste her at arbeidsgiver og arbeidstaker finner frem til gode løsninger, som ikke går på akkord med arbeidsmiljøloven, som er så viktig å overholde i disse omsorgsyrkene, som tross alt er så slitsomme som de er.

Utgangspunktet er de utfordringene vi allerede nå kan se når det gjelder å få tilbud og etterspørsel av tjenester til å gå i hop innenfor framtidas helsevesen. St.meld. nr. 47 for 2008–2009 Samhandlingsreformen, og Stortingets behandling av denne, peker på at vi ikke bare har en utfordring når det gjelder å få mange nok til å utdanne seg innenfor helseområdet, men at vi også trenger en annerledes vekting når det gjelder ressursinnsatsen, sammenlignet med hva som har vært tilfellet så langt. Det er tre hovedmomenter som må vektlegges når vi skal se på og fordele ressursene i framtida: den geografiske dimensjonen, som dreier seg om forholdet nord–sør, tettbygd–spredtbygd eller sentrum–periferi forholdet mellom fagområder, f.eks. mellom høyspesialisert medisin og sykehjemsmedisin og allmennmedisin osv. forholdet mellom nivåene i helsesektoren, f.eks. mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og eventuelt det som måtte befinne seg et sted imellom Disse utfordringene vil bli krevende både for rekruttering og for utdanningssystemene våre. Helsesektoren har hittil først og fremst hatt fokus på spesialisthelsetjenestens behov når det gjelder utdanninga. Dersom vi skal få vridd helsetjenestene i den retning, som det er stor enighet om, må vi prioritere langt sterkere behovene i primærhelsetjenesten, og vi må bli bedre på det generelle folkehelsearbeidet. I de statistiske framskrivningene for helsesektoren hvis vi ser fram mot 2030 – viser mange av beregningene at vi kan komme til å ha en underdekning på mellom 35 000 og 45 000 årsverk, dersom vi legger til grunn dagens utdanningstakt for helsepersonell. Dette vil først og fremst gjelde sykepleiere og særlig helsefagarbeidere, men vi kan også få et underskudd av fysioterapeuter, helsesøstre og jordmødre, for å nevne noen. Ikke minst må vi ha et helsepersonell som er forberedt på å møte den store veksten av eldre vi kommer til å ha, særlig etter 2020. Derfor må vi intensivere arbeidet med rekruttering og utdannelse innenfor helseutdanningene, dersom målet om likeverdige tilbud av tjenester skal kunne innfris. Vi må i den forbindelse identifisere og styrke de faktorene som kan føre oss i den retninga vi ønsker. og styrke de faktorene som kan føre oss i den retninga vi ønsker. Et av de viktigste virkemidlene for rekruttering av helsepersonell er, som statsråden nevnte, å ha desentraliserte utdanningstilbud, både når det gjelder grunnutdanning, videreutdanning og etterutdanning. Vi har sett at nærhet til utdanningssted gjør at folk i større grad tar utdanning og blir værende på eller nær det bostedet man har i og blir værende på eller nær det bostedet man har i utdanningsperioden. Derfor må vi ytterligere styrke dette elementet i helseutdanninga, i kombinasjon med ulike andre gode rekrutterings- og stabiliseringstiltak. Og så må vi styrke arbeidet med å opprette flere lærlingplasser innenfor helsesektoren. Frafallet i videregående skole er selvfølgelig en utfordring. Det kan komme til å bli et stort problem for arbeidslivet generelt og helsesektoren spesielt hvis utviklinga går i retning av at store grupper unge blir stående utenfor et yrkesaktivt liv. Derfor er det flott at Kunnskapsdepartementet har tatt tak i problemene i videregående skole, i samråd med hvert enkelt fylke. Det er også et spennende prosjekt på gang i regi av Helsedirektoratet, hvor man bruker ungdom i rekrutteringsarbeidet for å utdanne flere helsefagarbeidere, bl.a. gjennom unge helsebloggere, ungdom som tar utdanning eller arbeid innenfor helsesektoren, og som ved hjelp av nye sosiale medier forteller om yrket sitt eller om utdanninga. utdanninga. Da jeg hadde en interpellasjon om nettopp dagens tema for ca. ett år siden, sa jeg at vi måtte begynne å «framsnakke» helsesektoren dersom vi skal få unge folk til å jobbe der. Det var på et tidspunkt da begrepet framsnakking stort sett kun var kjent på Senja og på Andøya, men samtidig var det relevant for debatten den gang, og det er det i dag. Men skal vi ha dekning for framsnakkinga, må vi sørge for å ha gode arbeids- og lønnsvilkår og herunder selvfølgelig også en fleksibilitet når det gjelder arbeidsordninger og turnus. Dette har man fått til mange ganger, men det må altså forhandles fram med partene i fellesskap, og det må ha en anstendig lønn som et mål. Da må vi få slutt på den form for bonanza som er avdekket i forbindelse med Adecco-saken. Det er et stort tankekors at noen kommuner, med Høyre–Fremskrittsparti-styrte Oslo i spissen, og med de behovene vi ser i eldresektoren, holder seg med aktører i eldreomsorgen som har konsekvent dårligere pensjonsordninger og til dels lavere lønninger og tøffere arbeidsvilkår for de ansatte. Det er jo naturlig, selvfølgelig, når utenlandske eiere har som mål maksimal avkastning på hver krone. Dette er en privatisering av oppgaver gjennom et system som på sikt ikke er bærekraftig. Det er rimelig stor enighet om at helse- og omsorgsområdet har et stort og kraftig økende behov for ikke bare arbeidskraft, men Vi vet en del om dette med kompetanse, ikke minst i helse- og omsorgssektoren. Det ene vi vet veldig mye om, er at kompetanse er lik kvalitet. En ny undersøkelse fra KS viser at kompetanse også er lik pris at man faktisk får både bedre kvalitet og lavere pris på tjenestene dersom man legger vekt på å ha kompetanse i alle ledd i utøvelsen av helse- og omsorgsyrkene. Det handler bl.a. om at vi ser at vi har flere pleietrengende i kommunal omsorg, med stadig tyngre og mer sammensatte diagnoser. Kompetanse til å lese pasientens tilstand fører til at man får et bedre sykdomsbilde av pasienten og dermed kan gjøre de riktige tingene tidligere. Men disse pasientene blir det stadig flere av, noe som gjør at vi trenger mange flere sykepleiere, særlig, men også helsefagarbeidere. Samhandlingsreformen vil også kreve at vi Samhandlingsreformen vil også kreve at vi har sykepleiere med spesialistutdanning på toppen i større deler av landet, og i flere kommuner enn det er i dag. Det enkleste for å løse dette er jo å sørge for at de sykepleierne som i dag jobber i disse kommunene, får tilbud om etter- og videreutdanning. Da må deres arbeidskraft og deres kompetanse erstattes, så det løser egentlig ikke problemet, men det er i hvert Så hørte jeg en polemisering rundt hvorvidt det var økning i sykepleierutdanningen eller ikke. Jeg er nok tilbøyelig til å være mest enig med min kollega Olsen i forhold til det spørsmålet. Men det som er så herlig med det, for å bruke det begrepet, er at her har statsråden og regjeringen en gavepakke. Det er ikke bare en eldrebølge på gang, det er også en yngrebølge på gang. og regjeringen en gavepakke. Det er ikke bare en eldrebølge på gang, det er også en yngrebølge på gang. Vi vet at mange av de store helsefaginstitusjonene på høyere nivå leverer utdanning med høy kvalitet – ikke alle, men mange gjør det – og mange av de samme institusjonene har mer enn to godt kvalifiserte søkere per studieplass. Her har man både studenter og institusjoner med utdanningskvalitet, så det er forholdsvis øke utdanningskapasiteten på sykepleierutdanningen, uavhengig av forhistorien. Jeg vet i hvert fall at vi framover forholdsvis lett kan øke kvantiteten på sykepleierutdanningen uten at det går ut over kvaliteten. Statsråden er inne på Aksjon helsefagarbeider. Hun kaller det en suksess. Jeg vil i beste fall kalle det en betinget suksess. det en suksess. Jeg vil i beste fall kalle det en betinget suksess. Det er korrekt at vi fikk noen flere søkere, sikkert litt hjulpet av ustabilitet i finansmarkedene rundt omkring. Men problemet er at de fleste faktisk slutter før de er helsefagarbeidere. Vi har ikke satt i gang dette prosjektet for å få flere til å begynne på skolen, går jeg ut fra, men for å fullføre utdanningen. Det har man ikke i like stor grad lyktes med. Jeg tør påstå at en av grunnene til det er at kommunene, fylkeskommunene og staten, som har bruk for helsefagarbeidere i framtiden, ikke stiller lærlingplasser til rådighet for de samme kandidatene til å bli helsefagarbeidere. Så må jeg bare avslutte med, i og med at dette er et kommune- og og fylkestingsvalgår, å minne statsråden og Stortinget om at i de blå fylkeskommunene – de borgerlig styrte fylkeskommunene – er frafallet i videregående skole på 26 pst. Det er altfor høyt. Men i arbeiderpartistyrte fylkeskommuner er frafallet enda høyere, på 35 pst. Det kan være greit å ha det med seg i den videre debatten om både helsefagarbeiderutdanning og andre videregående utdanninger.

Ansatte i denne sektoren driver et døgnkontinuerlig tilbud av høyspesialisert behandling, omsorg og pleie. Det finnes trolig ingen andre sektorer som krever så mye av de ansatte, og som bidrar med så stor verdiskaping i ordets rette forstand. Det kan derfor ikke reduseres til bare et spørsmål om antall ansatte, men må dreie seg om kvalitet og kompetanse. Arbeidet med Samhandlingsreformen har vist en bred politisk enighet om at den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ta et større ansvar for forebygging, behandling og rehabilitering i årene fremover. Det er imidlertid betydelig uenighet om virkemidlene. Regjeringen har foreslått at økt ressursoverføring til kommunene skal vurderes fra år til år i budsjettsammenheng, og går inn for at kommunene skal ta en del av Høyre har stilt krav om en konkret opptrappingsplan for å ruste opp kommunene med kompetanse og kapasitet. Vi vil ikke godta at pasientene blir taperne i en reform der kommunene får ansvar for oppgaver som de ikke har forutsetning for å håndtere. Hvis kommunehelsetjenesten skal bli en attraktiv arbeidsplass, må det være større fagmiljø og bedre mulighet for fagutvikling og forskning. Høyre vil investere mer i kompetanseutvikling for de ansatte, slik at de er rustet til å ta et større ansvar og samtidig opplever arbeidsplassen som faglig stimulerende. Vi vil styrke tilbudet om undervisningssykehjem og undervisningssykepleie, og mener det er behov for en særskilt satsing på kompetanse om habilitering og rehabilitering samt omsorg ved livets slutt. Til tross for at den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor stadig større faglig utfordrende oppgaver, er andelen ufaglærte i sektoren over 30 pst. Ved behandlingen av stortingsmeldingen om omsorgspolitikken i 2007 gikk Høyre inn for en økt andel sykepleiere og annet helsepersonell i en målsetting om at alle ansatte som jobber med pasientbehandling, skal være faglærte. Vi innser at dette er ambisiøst, og at det er langt fram til målet. Men for oss er det viktig å holde oppe en målsetting som viser at helse- og omsorgstjenester er så viktige og krevende oppgaver at fagkunnskap er en forutsetning for å kunne ivareta dem på et forsvarlig vis. Vi ser eksempelvis at omfanget av feilmedisinering er urovekkende høyt, og at det gis for mange dispensasjoner for medisinhåndtering på grunn av mangel på sykepleiere. Økt fagkompetanse vil gi både ansatte og brukere større trygghet. Kravet om fagkompetanse innebærer også en anerkjennelse av disse livsviktige funksjonene i samfunnet. Dessuten vil en slik målsetting tvinge fram en nødvendig investering i et kunnskapsløft for ansatte i helsesektoren. Det er nødvendig med flere årsverk, men vi kan ikke telle oss fram til gode helse- og omsorgstjenester. Vi trenger både varme hender og kloke hoder. Høyre er kritisk til at regjeringen viderefører en politikk der ufaglærte pålegges oppgaver de ikke er kvalifisert for, i mangel av fagfolk. Dette underkjenner den viktige og krevende oppgaven det er å ivareta syke og pleietrengende mennesker. Undersøkelser viser dessuten at når omsorgsarbeiderne er høyt kvalifisert, trengs det faktisk færre. Av de omsorgsarbeiderne som nå har blitt ansatt, som statsråden nevnte, er faktisk bortimot 3 000 ufaglært. Norge har et kjønnsdelt arbeidsmarked, og mange kvinner med høy kompetanse i offentlig sektor kommer dårligere ut lønnsmessig enn ansatte i tilsvarende stillinger. Det rammer særlig sykepleierne, som har sakket akterut i lønnsutviklingen. Høyre har foreslått en «kompetansepott» for offentlig sektor i årene fremover, som fører til et lønnsløft for utdanningsgruppene. Det vil være en god investering for å sikre rekruttering og bemanning, og gi bedre kvalitet i tjenestene, slik at vi står bedre rustet til å møte utfordringene som kommer fremover. I tillegg vil det være større muligheter for mer fleksible arbeidsordninger, som f.eks. ved prosjektet i Bergen, som interpellanten og statsråden også nevnte. Det er viktig. Vi må også øke utdanningskapasiteten for helsefagarbeidere. Vi får håpe at de mange gode tiltakene som statsråden også nevnte og har redegjort for, vil gi resultater. og har redegjort for, vil gi resultater. Og som statsråden sa: Det er gjort mye, men vi kan ikke hvile på våre laurbær. En av de aller største urettferdighetene i vårt samfunn er at de kvinnene som gjør noen av de tyngste og viktigste jobbene, få betalt for utdanningen de tar. Men det handler også, som interpellasjonen handler om, om rekrutteringen til velferdsstaten, for det er disse damene som driver velferdsstaten. Interpellanten har helt rett i at vi kommer til å trenge mange flere i disse yrkene framover, og at lønn og arbeidsvilkår er til. Likelønnskommisjonen viste til at det er mange grunner til at vi ikke har likelønn i Norge: det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, som forrige taler var inne på, at kvinner tar mest permisjon, har mest omsorg for barn og har hovedansvar for hjemmet og også deltidsarbeidet. Når vi snakker om fleksibilitet, er jo disse de mest fleksible Erfaringen fra sektoren er at folk får en deltidsstilling, men de arbeider jo 100 pst. eller mer. Du kan tenke deg at du har fri en dag, det står ikke i turnusen din at du skal jobbe, du setter deg i bilen og skal kjøre til fjellet eller til stranden, og så ringer arbeidsgiver og sier at du må komme på jobb. Da har du ikke råd til å si nei, for du har ikke råd til å være den som ikke blir oppringt neste gang. Det er hverdagen for en del av de deltidsarbeidende damene i sektoren. Jeg vil berømme helseministeren for å ha tatt et viktig grep med å kreve at foretakene reduserer deltidsarbeidet sitt. Kanskje interpellanten kan ta opp med sine kollegaer i Bergen om de kan gjøre lignende grep i sin kommune. For det å komme deltidsarbeid til livs er viktig for likelønn, og det er viktig for arbeidsvilkårene i sektoren. SV vil i likhet med fagbevegelsen lovfeste retten til heltidsarbeid. Så til konkurranse. Jeg mener at erfaringene her viser at økt konkurranse ikke fører til økt lønn. Tvert imot viser tall fra Fagforbundet Sykehjemsetatens Fagforening i Oslo at ansatte på kommersielle sykehjem i snitt tjener 30 000 kr under kommunal minstelønn. Jeg vil også minne om at tariffavtalene til NHO Service er langt dårligere enn tariffavtalene til KS, og det kan ikke være noe argument for I stedet ansetter de kommersielle mindre kvalifisert arbeidskraft for å konkurrere på pris. Kampen for likelønn er ingen liberalismeoppskrift. Det vi trenger, er en sterk velferdsstat, vi trenger en bedre arbeidsdeling hjemme, og vi trenger kampen mot deltidsarbeidet. Her skiller regjeringspartiene og høyrepartiene lag, for det trengs en aktiv likestillingspolitikk.

Vi utdannar meir enn nok helsepersonell med høg utdanning. Den største mangelen gjeld helsefagarbeidarar; det har blitt utdanna berre ein tredjedel av det som er målet. Eg synest det må vera eit generelt prinsipp at vi som nasjon i størst mogleg grad skal vera sjølvforsynte med helse- og omsorgsarbeidarar. Vi kan ikkje basera oss på uetisk import av helsearbeidarar frå nasjonar som treng dei utdanna folka sine For å rekruttera ungdom til desse yrka må vi heva statusen til helse- og omsorgsyrka i kommunane. Løn er eit tiltak for å heva statusen. Vi må kunna garantera ungdom som vel seg inn i eit helse- og omsorgsyrke, full jobb og ikkje ufrivillig deltid. Vi må kunna garantera dei ei akseptabel løn å leva av. Likelønskampen er viktig for rekruttering til helse- i kommunane meir attraktive gjennom eit kunnskaps- og kompetanselyft for alle yrkesprofesjonar, også dei ufaglærte. Vi må sikra meir forsking på utvikling av det kommunale helse- og omsorgstilbodet. Ei slik satsing på kommunehelsetenesta vil naturleg kunne skje i samband med innføring av Samhandlingsreforma. Men det kanskje aller viktigaste og mest basale for å gjera desse yrka meir attraktive, er ikkje løn eller forsking, mykje ligg òg i yrka sitt omdømme. For å heva statusen til pleie- og omsorgsyrka har vi alle eit ansvar. Vi må slutta å snakka ned denne sektoren. Her har òg media ei rolle. Dersom det konsekvent kjem opp negative oppslag om krisa i eldreomsorga, byggjer ikkje det akkurat opp om desse arbeidsplassane. Aftenposten i dag har ein positivt ladd artikkel om pleie- og omsorgsyrka. Omsorgsyrke er meir enn rumpevask, er overskrifta. Her står det fram både sjukepleiarar og hjelpepleiarar som fortel at dei meiner fordommar mot yrka er eit problem, men at dei sjølve er storfornøgde med å arbeida i eldreomsorga. Dei fortel at dei synest det er «et privilegium å arbeide med gamle folk, det er så hyggelig å snakke og være sammen med dem». Ei nødvendig endring er å

Også spesialiseringa vidare av t.d. legar må få meir fokus på dette med at fleire skal og må jobba i kommunehelsetenesta. At arbeid på sjukeheim ikkje har vore teljande i nokon spesialitet, er uheldig. Dette må det endrast på. Anten må sjukeheimsmedisin bli ein eigen spesialitet, eller så må det bli eit eige kompetanseområde knytt til ein I ein debatt om rekruttering til helse- og omsorgssektoren kjem ein ikkje utanom å peika på tiltak som òg kan redusera bemanningsbehovet. Betre førebygging vil kunna redusera behovet for arbeidskraft innan pleie- og omsorgssektoren. Ifølgje ei undersøking frå Statistisk sentralbyrå i 2006

Desse har lang tradisjon i arbeidet med omsorgstrengande eldre. Aktivitetstilbod som eldresenter, trimgrupper og besøksgrupper betyr enormt mykje for livskvaliteten og for å førebyggja sjukdom og redusera pleiebehovet. For å minska presset på helse- og omsorgsarbeidarane i framtida er vi avhengige av eit auka samarbeid mellom det offentlege og ideell sektor. og ideell sektor. På same viset må vi òg utnytta potensialet som ligg i familiebasert omsorg. Betre omsorgslønordning kombinert med god tilgang på heimetenester, avlastingsplassar, dagtilbod og andre aktivitetstilbod vil kunne utsetja ei institusjonsinnlegging og redusera pleiebehovet og omsorgstenestene ein treng frå det offentlege. Vi har en fantastisk gjeng eldre mennesker som lever godt og lever godt og lenge, og flere vil det bli i fremtiden. Mange vil etter hvert ha behov for tjenester i hverdagen, slik at de fortsatt kan leve selvstendig og uavhengig, og med mening. Men vi har enorme utfordringer foran oss når det gjelder å skaffe til veie nok helsepersonell i årene fremover, slik at vi klarer nettopp det. Derfor er det viktig at vi jevnlig har debatter som denne vi har i dag, og jeg vil takke interpellanten for å ta opp saken. Da komiteen nylig var på besøk på Diakonhjemmets sykehus og høgskole her i Oslo, fikk vi høre at det er vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert personale til å arbeide med syke eldre, spesielt i kommunehelsetjenesten. Med de økte oppgavene kommunene vil få fremover, trenger vi mer også på høgskolesiden, slik også representanten Sonja Irene Sjøli var inne på. Det vil være avgjørende at de menneskene vi rekrutterer, er gode på det de skal gjøre. Når først noen er rekruttert, må vi sørge for å beholde dem og gi dem rom for å videreutvikle seg. Forskning viser at mulighetene for fagutvikling og til det å arbeide faglig og systematisk med kvaliteten på tjenestene, er og systematisk med kvaliteten på tjenestene, er avgjørende for rekruttering. Mange høgskoler står klare til å sikre fagutvikling. I den siste tilsynsmeldingen fra Helsetilsynet om kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre er konklusjonen: «Krevende oppgaver med svak styring.» Det ble avdekket at demente som bor hjemme, ikke får den hjelpen de trenger. Å identifisere, utrede og gi tjenester med god kvalitet og i tilstrekkelige mengder svikter. Ledelsen er lite opptatt av å sikre at ansatte har tilstrekkelig kompetanse, tjenestene er i liten grad planlagt og organisert, slik at rammebetingelsene setter ansatte i stand til nettopp å yte forsvarlige tjenester. Også på andre områder i rapporten fremkommer mangel på ledelse og kompetanse i eldreomsorgen. Dette er alvorlig. Diakonhjemmets høgskole sammen med Lovisenberg diakonale høgskole har satset på et masterstudium med fokus på å gi studentene kompetanse til å kunne nettopp initiere, lede og gjennomføre kvalitetsprosjekter i praksis. De tilbyr landets eneste tverrfaglige, helsefaglige masterstudium, som kun fokuserer på helsetjenester til eldre. Dette må være midt i blinken, slik jeg ser det. Men ved søknadsfristens utløp for et år siden hadde de 68 søkere, og 36 fikk tilbud om plass. Da studiet skulle starte, var det bare igjen 24 studenter av de 36 som hadde fått plass. I løpet av høsten forsvant ytterligere ti. Hva var det som skjedde? En undersøkelse blant dem som takket nei, viste at årsakene var økonomi, høye studieavgifter og manglende tilrettelegging og permisjon fra arbeidsgiver. For høgskolene betyr denne satsingen en investering over flere år uten inntekter på grunn av manglende basisfinansiering for studier på masternivå. Men det er også på grunn av at finansieringsordningen med resultatbasert tilskudd for kommer flere år på etterskudd. Det betyr at høgskolene, når studiet går, er nødt til å ta høye studieavgifter. Det mangler ordninger både i helse- og omsorgssektoren og i utdanningssektoren som gjør at vi kan bygge kompetanse og sørge for at den kommer ut i eldreomsorgen. Spesielt mangler kommunene ordninger for å støtte videre- og etterutdanning, Det finnes heller ikke stillinger og strukturer når kandidatene kommer tilbake, og kommunene presses i så måte til kortsiktighet. Jeg synes alt dette er svært alvorlig, og jeg håper statsråden kan ta dette med tilbake og se om det er mulig å finne løsninger også på disse problemstillingene, altså bare for å oppsummere: Både tilrettelegging og permisjonsordninger fra arbeidsgiverne i kommunene mangler.

og omsorgssektoren, de nærmeste 10–20 årene, for behovene kommer til å øke radikalt? Dette har jo Stortinget diskutert grundig i forbindelse med behandlingen av Samhandlingsreformen, og det kommer til å komme på dagsordenen også flere ganger framover, ikke minst når stortingsmeldingen om utdanning for velferdstjenestene kommer i løpet av dette året. Og det er klart det kommer til å dreie seg om utdanning. Vi vet at kapasiteten innenfor utdanningssektoren i dag bare holder noen få år til, så må den økes, og den må økes betraktelig. Så den videre debatten om den framtidige utdanningen kommer til å handle om økt kapasitet i alle ledd og også om kvaliteten og innretningen på utdanningen, for det kommer til å bli behov for fagfolk som kan jobbe innenfor den kommunale sektoren, innenfor helsevesenet i kommunesektoren og innenfor helsevesenet i pleie- og omsorgssektoren. Det er den linjen vi har vi har pekt på når vi har behandlet Samhandlingsreformen. Så både innhold, kvalitet og kapasitet vil måtte bli sentralt når det gjelder behovet for utdanning i årene som kommer. Så vil det selvfølgelig også bli krav om at helsevesenet i årene framover har et arbeidsforhold som er attraktivt, og som gjør det attraktivt for framtidens ungdom å jobbe innenfor helsesektoren. Det kommer selvfølgelig ikke til å være sånn at vi kan vedta hvem som skal jobbe der. Helsevesenet må framstå som attraktivt. Det må være gode arbeidsforhold lønnsmessig, men ikke minst må vi også få tatt radikale grep når det gjelder dette med ufrivillig deltid. Jeg ser av rapporter og undersøkelser at i forhold til de skandinaviske landene ligger Norge på topp når det gjelder ufrivillig deltid, og sånn kan vi ikke ha det. Derfor er jeg veldig fornøyd med de grepene som helseministeren har tatt overfor helseforetakene: klar beskjed om at andelen ufrivillig deltid må ned. Den samme beskjeden må også gå til kommunesektoren, for det å tilby unge arbeidstakere halve og kvarte stillinger kommer ikke til å være måten å løse framtidige utfordringer på. Så til mitt hovedpoeng. Den resepten representanten Per Arne Olsen forskrev her i sitt innlegg da han snakket om dynamikk og fleksibilitet, Så til mitt hovedpoeng. Den resepten representanten Per Arne Olsen forskrev her i sitt innlegg da han snakket om dynamikk og fleksibilitet, var i realiteten snakk om økt bruk av anbud og økt bruk av konkurranseutsetting innenfor pleie- og omsorgssektoren. Det er ikke noe vi er ukjent med i dette landet. Det har vært prøvd og anvendt på mange områder. Det vi vet om det, er at konkurranseutsetting og anbud handler om å presse prisene ned. De kostnadene som skal presses ned, det, er at konkurranseutsetting og anbud handler om å presse prisene ned. De kostnadene som skal presses ned, er lønnskostnadene, lønnskostnadene til de ansatte. Det vi kjenner til der, er at det går på pensjonsordninger og på arbeidstid. Det er altså en resept som skaper dårligere forhold og økt press på de ansatte i helsevesenet framover. Det er ikke en medisin og resept som SV vil Vi er ganske så sikker på at det å satse på en sterk offentlig helsetjeneste i kommunene, innen kommunehelsetjenesten, er å forbedre arbeidsforholdene, det er å få ned bruk av ufrivillig deltid. Det er det vi må gjøre, og det er det vi må satse på i årene framover. Det er flere ganger at det er for stivbeint og for firkantet sånn som det fungerer i den offentlige sektoren. Jeg antar at man da også tenker på arbeidsmiljøloven. Det vi vet, og det som er realiteten, er at arbeidsmiljøloven sånn som den er laget, gir rom for betydelig bruk av fleksibilitet der det er behov. Så det å argumentere eller angripe offentlig sektor og kommunehelsetjenesten for at man er for lite fleksibel, er direkte feil. Man har den fleksibiliteten som er nødvendig. Men det feil. Man har den fleksibiliteten som er nødvendig. Men det å satse på privatisering, det å satse på økt bruk av anbud innenfor denne sektoren, er ikke løsningen på framtidens utfordring innenfor helsevesenet. For å begynne med det siste innlegget: Det kom vel ikke som

og omsorg hadde gått rundt uten private tilbydere. Vi hadde måttet lukke mang en sykehusavdeling i Norge hvis vi ikke skulle brukt vikarer. Vi hadde måttet lukke mang en avdeling på sykehjem i Norge hvis vi ikke skulle brukt vikarer. Så vi er faktisk avhengig av begge deler, og det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Den regjeringen vi har i dag, er jo ikke minst en aktiv bruker av anbudsprosesser. Flere av oss som er i denne sal, har jo stått utenfor dette Stortinget og tatt imot demonstrasjonstog etter demonstrasjonstog av både ideelle og andre organisasjoner som har tapt anbudsprosesser, som

den prøveordningen man har i Bergen, med et åpent sinn – der resultatene faktisk er veldig gode. Resultatet er at man får flere heltidsstillinger, og man har fått opp kvaliteten. Pasientene er mer fornøyd, og de ansatte er mer fornøyd. Nettopp derfor har jeg notert meg at statsråden er villig til å ta med seg det videre – og det skulle jo bare mangle. Det satte jeg pris på. Jeg må innrømme at også innlegget til representanten Tove Karoline Knutsen var bra. Vi deler i og for seg synspunktene om hvilke utfordringer vi står overfor, men den lille retoriske turen innom Adecco synes jeg er en avsporing som debatten egentlig ikke var tjent med. Det er relativt typisk at Adecco-saken, som også vi har tatt kraftig avstand fra, nevnes, uten å nevne noen av de bruddene som skjer i offentlig sektor, og med den lille retoriske vinklingen til slutt at dette er et selskap som er styrt av utenlandske eiere. For opplysningens skyld er altså det norske oljefondet en av de største eierne i dette selskapet, så det er vel en og annen norsk eier også. Stortingsmeldingen om velferdsutdanningene som, så vidt jeg vet, kommer i løpet av året, og

og også innholdet i utdanningene fremover. Den deltar også Helse- og omsorgsdepartementet aktivt i. Vi har store forventninger til den viktige meldingen som, som sagt, er så viktig for vår sektor. Så har jeg bare lyst til å si, men kanskje jeg misforsto som, som sagt, er så viktig for vår sektor. Så har jeg bare lyst til å si, men kanskje jeg misforsto representanten Dåvøy, som sa at det ikke var så mange ulike forsøk på gang når det gjaldt å få opp rekrutteringen, at det er jo ikke riktig. I Kompetanseløftet, som også er en del av Omsorgsplan 2015, bruker vi i inneværende år

og hvorfor det er noen som går ut. Så må vi også rekruttere dem som er i sektoren i dag. Vi vet at en del som er kommet til Norge fra andre land, som har en annen bakgrunn, også kan nyte godt av den typen etterutdanning, videreutdanning, som vi kan gi i Kompetanseløftet. så jeg et veldig interessant prosjekt hvor man jobbet direkte med rekruttering inn i videregående utdanning fra 10. klasse – kanskje elever som var litt skoleleie, og som kunne tenke seg å kombinere det å jobbe på sykehjem og som kunne tenke seg å kombinere det å jobbe på sykehjem med å ta helsefagutdanning. Det er positivt for sykehjemmene, som får rekruttering både i helger og i ferier, men også får flere unge inn i denne sektoren. Så må jeg si at jeg deler veldig mange av Geir-Ketil Hansens synspunkter på utfordringer når det gjelder dette med konkurranseutsetting innenfor omsorgssektoren. Det gjelder ikke bare de eksemplene vi har sett, det er ikke mulig å lage et marked innenfor denne sektoren hvor man gjør det for noe annet enn for å tjene penger – og det er vi ikke tjent med. Da er sak nr. 3 ferdigbehandlet.

Det